Stortinget tar nå pause, og i samsvar med den annonserte dagsordenen vil det bli votering kl. 15. Sakene nr. 1 og 2 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 8 og 9. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

kan jeg

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til innstillingen. Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.